trenger en god by- og bymiljøpolitikk, og at vi trenger gode diskusjoner framover. Jeg tror også det er viktig å ta den samtalen vi har hatt i dag, inn i diskusjonen om Kommunereformen. Arbeidet med å få større kommuner kan være et av de viktige virkemidlene for å få redusert klimagassutslippene. Det er

Å håndtere det å ha rovdyr som en del av vår natur samtidig som vi skal ha en aktiv landbrukspolitikk – at folk skal drive med dyrehold – er ikke enkelt. Det er derfor Stortinget ved flere anledninger og gjennom mange år har hatt store diskusjoner hvor partiene har strukket seg langt for å bli enige om hvordan en best mulig kan ivareta ulike hensyn. I nyere tid – hvis jeg kan kalle det det – fikk vi et rovviltforlik i 2004 og deretter et nytt forlik, som ble vedtatt i 2011. I tiden etter 2011 har det vært – og er – en diskusjon om oppfølgingen av dette forliket. Stortinget har fått til behandling et representantforslag – fremmet av flere representanter fra Senterpartiet – som omhandler forliket, og som vi skal behandle her i dag. Komiteen har under behandlingen av saken fått en rekke innspill fra organisasjoner, enkeltpersoner og andre som er veldig opptatt av rovviltforvaltningen. Det viser at det er et stort engasjement rundt disse spørsmålene. Først vil jeg poengtere at samtlige partier i Stortinget i innstillingen viser til nettopp rovviltforliket fra 2011, da det ble slått fast: «Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven , Bernkonvensjonen og den todelte viser man til at rovviltforliket la til grunn følgende: «All forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.» Det er altså mange hensyn. I representantforslaget fremmes det åtte punktforslag, hvorav ett har hele fem underpunkter. I innstillingen fremmes det i alt ni forslag – alle fra Senterpartiet. Flertallet i komiteen – alle unntatt Senterpartiet – mener at mange av disse forslagene vil kunne åpne deler av rovviltforliket på nytt. De ulike partiene har sikkert vurdert de ulike forslagene på ulik måte, men flertallets oppfatning er at man ønsker å holde på den enigheten som ble oppnådd i 2011, og ikke rokke ved den. Når det er sagt, vil jeg si at mange representanter, inkludert meg selv, sikkert har sympati for mange av problemstillingene som tas opp av Senterpartiet, uavhengig av hva man mener om de konkrete forslagene. Rovdyrforvaltning er vanskelig – det er det ingen tvil om – og det er en klar forventning om at regjeringen følger opp forliket. Klima- og miljøministeren skriver til komiteen at det er en utfordring i forvaltningen av enkelte rovviltarter at de fastsatte kvotene ikke blir tatt ut, og at det er behov for å effektivisere uttaket. Samtidig skriver hun at spriket mellom fastsatt kvote og faktisk kvote vil ha en sammenheng med hvor realistiske de fastsatte jaktkvotene er. I de enkelte forvaltningsregioner settes det høye kvoter uten at det gjenspeiler hva som faktisk finnes av dyr i områdene. Dette hører alle er en litt krevende materie og alt annet enn konfliktdempende. Det høres rett og slett forvirrende ut. Når det gjelder de konkrete forslagene som fremmes, vil jeg kommentere et par av dem kort. Vi kan så komme Det foreligger et forslag om å utvide lisensjaktperioden for bjørn og jerv. Flertallet i komiteen mener at dette ble avklart i rovviltforliket, og forholder seg til den enigheten. Så fremmes det en rekke forslag til tiltak for å legge til rette for bedre og mer effektiv lisens- og kvotejakt. Et par av disse forslagene mener flertallet i komiteen at kan ses nærmere på, f.eks. å se på resultatet av studiene som gjøres for å se på bruk av ulike hunderaser under simulert jakt på bjørn. punkt 2.2.19 er det mange i dette landet som vet hva omhandler, det er noe mange vet hva er. Det omhandler nemlig prioriterte beiteområder og uttak av dyr som gjør skade. Her er ordet «skadepotensial» og forståelsen av det ordet gjenstand for diskusjon, og vi kommer helt sikkert til å få den også her i dag. Klima- og miljøministeren skriver til komiteen at hun sammen med landbruks- og matministeren har tatt initiativ til en klargjøring av det begrepet, og det tror jeg nok samtlige i Stortinget har merket seg. Det er krevende å utforme og forvalte rovdyrpolitikken. Jeg er glad for at Senterpartiet har tatt initiativ til å få en diskusjon her i dag, og jeg ser fram til en spennende og konstruktiv diskusjon. Det blir åpnet for replikkordskifte. Ifølge rovviltforliket punkt 2.2.10 og 2.2.12 er lisensfelling hovedvirkemiddelet for

Arbeiderpartiet har også tidligere vært veldig opptatt av det. I spørretimen for bare et par uker siden viste Arbeiderpartiet stor omsorg for dem som føler på konfliktene mellom husdyr og rovdyr, og Arbeiderpartiet spurte klimaministeren hvorfor ikke mer av kvoten ble tatt ut. Mitt spørsmål til Arbeiderpartiet er: Hvorfor kan ikke Arbeiderpartiet stemme for et forslag om at en faktisk skal klare å ta ut de kvotene for blir satt av Miljødirektoratet eller rovviltnemndene? Jeg takker representanten Arnstad for spørsmålet. Det er krevende felt vi er inne på her når det gjelder denne forvaltningen. Lisensfelling er krevende, og det er riktig at det var en diskusjon i spørretimen om det. Det som er Arbeiderpartiets utgangspunkt, er at vi mener at regjeringen skal påse at forvaltningen følger opp intensjonene i rovviltforliket. Så er det helt åpenbart at hvis ikke de intensjonene blir fulgt opp, må man få en runde om det. Da kan Stortinget velge selv å ta et initiativ overfor regjeringen eller ta et selvstendig initiativ for å justere eventuelle bestemmelser i rovviltforliket, men da må man åpne hele ballet på nytt, og det er vi skeptiske til i utgangspunktet. Jeg reagerer litt på at representanten her sier at en åpner hele ballet på nytt. Ifølge dagens rovviltforlik

når det er et så stort flertall for ikke å gå inn på disse forslagene, nettopp fordi man mener at forvaltningen har som ansvar å følge opp forliket? Regjeringen har også ansvar for å følge opp forliket, i tillegg til at vi i Stortinget selvfølgelig skal ha diskusjoner, men det er viktig at vi ikke åpner opp en enighet som har stått siden 2011. Debatten som er foranlediget av Senterpartiets forslag, dreier seg om hvorvidt kvoter skal fylles opp, dvs. om alle dyrene som det er gitt fellingstillatelse til, skal skytes eller ikke. Arbeiderpartiet har i sine merknader uttalt seg litt i begge retninger. På den ene siden har man gitt uttrykk for at det er

uttalt seg litt i begge retninger. På den ene siden har man gitt uttrykk for at det er et problem at kvotene ikke fylles opp, på den andre siden har man ikke støttet Senterpartiets forslag. Er Arbeiderpartiets oppfatning at det skytes nok rovdyr, eller er Arbeiderpartiets oppfatning at det bør skytes flere rovdyr? Svaret til det er at vi forholder oss til bestandsmålene. bestandsmålene. Det er helt riktig at i enkelte områder burde man ha tatt ut mer av kvotene, men samtidig er det i enkelte områder satt kvoter som det er urealistisk å få tatt ut. Det er kjempevanskelige problemstillinger vi står overfor, og det er helt riktig som representanten Rasmus Hansson sier, at det virker som man blir dratt i begge retninger. Det er nettopp det som er problemstillingene som ligger i denne forvaltningen, og som det er viktig at regjeringen følger opp videre. Replikkordskiftet er

I dag skal vi debattere et Dokument 8-forslag fra Senterpartiet som enkelte mener setter enigheten fra den gang i spill. Rovdyrpolitikk er ikke enkelt. Det er mange hensyn å ta. For noen måneder siden var representanter fra Høyre på tur i Hedmark og fikk snakket med flere som driver næring i utmarka. Vi har også hatt møter med næringsdrivende fra andre steder i Norge, sist i forrige uke, med representanter fra Sogn og Fjordane. De forteller om store tap, usikkerhet rundt fortsatt næringsvirksomhet og en kamp for å få tatt ut kvotene. På den andre siden har vel alle representanter fått mail de siste dagene som ber oss om svar på om vi vil bidra til overlevelsen av de store rovdyrene våre. I dette landskapet skal forvaltningen og rovdyrnemndene operere og fatte kloke beslutninger, basert på ulike interesser og de to forlikene som er inngått. Høyre har i denne saken valgt å gå sammen med et bredt flertall i våre merknader, og vi står også bak flertallets behandling. Årsakene til dette er flere. For det første tror vi det er viktig å holde på et forlik i disse spørsmålene, og for det andre har det skjedd flere forbedringer i rovdyrpolitikken med en ny regjering og en klima- og miljøminister fra Høyre. Per 1. mai har departementet overprøvd rovdyrnemndene i kun 1 av 16 saker. Jeg tror riktig tall per i dag er 1 av 18 saker, helt i tråd med forlikets mål om at den regionale forvaltningen skal styrkes. Dette er en markant bedring i tillitsforholdet mot rovviltnemndene sett opp mot tidligere i år. Videre er det stilt krav til forvaltningen om saksbehandlingsfrister for søknader og klager gjeldende fra 1. januar 2014, også i tråd med føringene i forliket. Regjeringen har også valgt ikke å anke den såkalte Krokann-dommen, som handlet om erstatningsgrunnlag for tap av beitedyr. Det gjør at dommen blir stående og er førende for forvaltningen. I forliket fra 2011 var også ulvebestanden et tema, der det skulle forhandles med Sverige om fordeling av grenseflokkene, og da med utgangspunkt i en fordelingsfaktor på 0,5. Det er vel få ting som er vanskeligere å forklare innbyggerne enn at ulv som oppholder seg i Norge, ikke teller med i det norske bestandsmålet, men teller med i det svenske. Disse forhandlingene skulle sluttføres i 2013, men EU vurderer om svensk forvaltning er i tråd med arts- og habitatsdirektivet, og på den bakgrunn har statsråden tatt et initiativ om å legge fram en sak for Stortinget, uavhengig av forhandlingene med Sverige. Dette vet jeg blir godt mottatt i de deler av landet jeg kommer fra. Ulv er like dårlig til å se grenser på land som Heide-Steens russiske ubåtkaptein var til å se dem under vann. Stortinget får altså til behandling nye bestandsmål for ulv, en evaluering av ulvesonen og endringer i erstatningsregler for husdyr, og ikke nok med det statsråden også i sine svarbrev til komiteen at hun vil gjennomgå begrepet «skadepotensial». I rovdyrforlikets punkt 2.2.19 heter det: «Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområdet for tamrein.» Få punkter i forliket har skapt større debatt enn akkurat denne formuleringen. Å få en mer presis og forhåpentligvis omforent definisjon i samarbeid med landbruks- og matministeren er en svært fornuftig tilnærming av statsråden. Rovdyrforliket handler om en todelt målsetting med både beitedyr på utmarksbeite og å sikre overlevelse av de store rovdyrene i tråd med våre forpliktelser. Det gjelder med andre ord å balansere på en svært smal vei uten å falle ned verken i den ene eller andre grøften. Så langt mener jeg statsråden har gjort en god figur som

Senterpartiet. Dette er hentet fra et innlegg av bl.a. stortingspresident Olemic Thommessen den 13. mai i år. Og jeg er helt enig med stortingspresidenten. En av de intensjonene som ikke er fulgt opp, er lisensjakta. Bare om lag 30 pst. av kvotene på jerv og bjørn ble tatt ut i vinter. Hvorfor vil ikke Høyre bidra til at kvotene på lisensjakt kan innfris? Eller er det slik at en ikke mener alvor med de kvotene som hver høst settes for uttak av

Som alle andre partier har vi hatt landsmøte. I de fleste partier – jeg er ikke helt sikker på om det gjelder representanten Arnstads parti, Senterpartiet – er salen stort sett delt i to. Dette gjør at det å balansere rovdyrpolitikken er kanskje noe av det viktigste vi gjør. Jeg takker for det svaret. Jeg må si jeg synes det er en helt påfallende mangel på vilje til i det hele tatt å gå inn og se på de forslagene som kommer fra Senterpartiet. Det er nesten et forsøk på å demonisere oss som parti. Men så står representanten Milde her, i likhet med stortingspresidenten, og sier at lisenskvotene og det at en ikke tar ut kvotene, er et problem. Da er mitt spørsmål fortsatt: Hva er det Høyre har tenkt å gjøre for å bidra til at en større andel av lisenskvotene på jerv og bjørn faktisk blir tatt ut? 30 pst. er altfor lavt. Eller er det slik at en her ikke mener alvor og i stedet kaster blår i øynene på folk ved å sette kvoter som er for høye i forhold til det en reelt skal ta ut? Nå er det stort sett rovdyrnemndene som setter kvoter på lisensjakten, og det er rovdyrnemndene som følger den opp. Jeg vil egentlig bare si noe av det samme som jeg gjorde i mitt tidligere svar, at det er forvaltningen som har ansvaret for å utføre rovdyrpolitikken i det daglige. Det er rovdyrnemndene som har møtene. Jeg har sittet i en rovdyrnemnd i seks år – jeg kjenner til problemstillingene. Det er viktig at vi i Stortinget følger opp rovdyrforliket så godt vi kan. Det er rovdyrforliket som er grunnlaget for rovdyrpolitikken på Stortinget

ønsker å skape et inntrykk av at man bryr seg om våre utfordringer innenfor forvaltningen av våre store rovdyrarter jerv, bjørn ulv og gaupe, men kanskje ikke minst ønsker å ivareta beitenæringens interesser i Norge. At Senterpartiet ønsker saken fremmet, har jeg full forståelse for, men om dette er en omkamp med vår regjering, eller om det er et uttrykk for at Senterpartiet viser mistillit overfor SV, som styrte Miljødepartementet i åtte år, kan man jo undre på. Jeg erfarer at Senterpartiet i posisjon aldri ble hørt og ble overkjørt av SV, som nær sagt ønsker rovdyr velkommen helt uavhengig av om det vil skade beitenæringene eller ikke. Men det øvrige storting kan ikke ta ansvaret for at Senterpartiet i sin tid valgte SV til sin nærmeste samarbeidspartner i regjering. En annen side ved det å inngå forlik er at forliket må få nok tid til å kunne bli gjennomført og realisert. realisert. I så måte har nok dagens regjering en mer pragmatisk måte å gjennomføre dette på enn den forrige regjeringen med SV-statsråd. Forlik og avtaler bør respekteres – ikke minst på områder som er såpass konfliktfylte. Jeg viser til brevet fra statsråden, der hun understreker at Miljødirektoratet fortløpende vurderer behovet for ekstraordinære uttak, og at det i dag gjennomføres ekstraordinære uttak av jerv. Jeg viser også til svaret fra statsråden, som i brevet til komiteen understreker og erkjenner at det er utfordringer i forvaltningen av enkelte rovdyr, at de fastsatte kvotene ikke blir tatt ut, at det er behov for effektivisering av uttakene, slik at målsettingen i rovdyrforliket om uttak av kvotene kan nås så langt det er realistisk. Jeg viser videre til svar fra landbruksministeren om konfliktdempende tiltak i de regionene som har et høyt konfliktnivå relatert til beitedyr og rovdyr. Derfor har regjeringen allerede varslet sak om nytt norsk bestandsmål for ulv der grensebestandene inngår – helt i samsvar med rovdyrforliket – som en egen sak om evaluering av ulvesonen. Som vi ser, er det stor forståelse i regjeringen for flere av forslagene fra at deler av forslaget til Senterpartiet vil svekke våre rovviltbestander til et nivå man ikke har forutsatt i rovdyrforliket. I motsetning til deler av Senterpartiet ønsker ikke jeg et Norge uten våre fire store rovdyrarter. Selvfølgelig har det en pris. Det kan redusere min eller naboens mobilitet i naturen, og det kan uten tvil skade beitedyrsnæringene. Derfor er det utrolig viktig å få på plass et effektivt regime, hvor det er kort vei mellom påført skade og uttak av rovdyr. Til sist – vi må aldri mer havne i situasjoner som man gjorde i Saltdalen i Nordland, hvor en slagbjørn tok for seg av sauer. Den lokale viltnemnda søkte om å felle bjørnen ved hjelp av hunder, men fikk svar tilbake om at hunder ikke kunne brukes, da det var båndtvang! Slike situasjoner ønsker ingen i denne sal å oppleve igjen. Og ser vi på hvordan

Jervebestanden ligger så langt i år allerede godt over det vedtatte bestandsmålet. Ifølge Rovdata er det så langt i år registrert 42 ynglinger. Målet i rovviltforliket er 39. Under vinterens lisensjakt på jerv ble det tatt ut 37 dyr av en kvote på 145. Synes Fremskrittspartiet at med et uttak på 30 pst. av kvoten på jerv har en oppfylt rovviltforlikets intensjoner om at lisensjakt skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden av jerv? Jeg er helt enig med Arnstad i at lisens- og kvotejakt er det viktigste uttaksmiddelet vi har. Det hersker det ingen tvil om. Det er også det som står i rovdyrforliket, men vi må også ta inn over oss og se at det er Rovdata som har det av overvåkningsprogrammet for rovvilt og estimering av fangst og uttak av antall dyr, bl.a. ynglende bjørn. Det er et arbeid som allerede er igangsatt, og resultater som kan brukes relatert til lisens og kvoter, vil komme, men vi klarer ikke å få det på plass over natten. Dess før det kommer,

og komiteens behandling av denne saken har i så måte vært viktig. Kristelig Folkeparti ønsker ikke å åpne deler av forliket opp på nytt for omkamp. Vi står ved forliket fra 2011 og prinsippene fra vedtakene i 2004. Det grunnleggende i forliket av 2011 er prinsippet om den todelte målsettinga etter rovviltforliket av 2004. Den innebærer at hensynet til å sikre overlevelse for alle de store rovviltartene i norsk natur må kombineres med en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet. Det er ikke vanskelig å innrømme at todelt målsetting, som ligger til grunn for forliket, er krevende. Jeg forstår fortvilelsen fra både landbruket og reindriftsnæringa over angrep på beitedyr fra rovdyr. Den må vi ta på alvor. Derfor er det avgjørende for Kristelig Folkeparti å styrke tiltroa til rovdyrforvaltninga, bl.a. gjennom effektivt uttak av skadegjørende rovdyr og ved å sikre at bestandene ikke vokser utover de fastsatte bestandsmålene. Det er utfordringa at de fastsatte

og dermed forebygge at rovvilt dreper beitedyr. Samtidig er det en forutsetning at dette skjer innenfor dyreetisk forsvarlige rammer. Jeg vil også nevne at vi er glad for at klima- og miljøministeren, sammen med landbruksministeren, nå vil klargjøre hva som ligger i rovdyrforlikets begrep «skadepotensial». Dette har det vært mye diskusjon om, og det er viktig for oss å få en felles forståelse. I dette ligger det også en klar definisjon av prioriterte

og målet med all politikk skal være å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til å oppfylle sine behov. Derfor skal vi forvalte jorda på en best mulig måte og sørge for en bærekraftig utvikling. Dette omfatter bl.a. å ta ansvaret for det biologiske mangfoldet. Derfor er det Folkeparti at de fire store rovdyrartene, bjørn, ulv, jerv og gaupe, må forvaltes slik at vi tar vår del av ansvaret for å sikre levedyktige bestander av disse. Rovdyrforvaltningen skal være kunnskapsbasert. Samtidig skal den ivareta enkeltmenneskets og lokalsamfunnets livskvalitet. Følelsen av utrygghet i enkelte områder må

Hvis en år etter år opplever at uttaket ikke står i forhold til de kvotene som den regionale forvaltningen og fagmyndighetene har satt, kommer det til å svekke tilliten til rovviltforliket og dermed til rovdyrpolitikken i sin alminnelighet. Denne situasjonsbeskrivelsen er bakgrunnen for Senterpartiets forslag som skal behandles her i dag. Tall fra Miljødirektoratet stadfester at det ved lisensjakt på bjørn i 2013 ble tatt ut 2 av en kvote på 18 dyr. av en kvote på 18 dyr. Totalt ble det tatt ut 5 bjørn i løpet av 2013. Når det gjelder jerv, ble det i vinter tatt ut 37 dyr av en kvote på 145. Det betyr at det altså bare ble tatt ut om lag 30 pst. av de kvotene som rovviltnemnde ne satte for jerv, og Miljødirektoratet satte for bjørn. Miljødirektoratet anså sjøl lisensjakta på bjørn som så mislykket i fjor høst

over de andre partienes manglende vilje til å gå inn i den diskusjonen. Klima- og miljøministeren går heller ikke i sine svar til komiteen inn på det faktum at lisensjakta ikke fungerer, slik det var tiltenkt i rovviltforliket. Det er høyst overraskende at en statsråd i en Høyre–Fremskrittsparti-regjering unngår å forholde seg til problemstillingen som sådan. Manglende uttak under ordinær lisensjakt øker presset på uttak i og bruk av metoder for uttak som er omstridt, bl.a. helikopterjakt og hiuttak. Det er paradoksalt at en først, i tråd med rovviltforliket, gir kvoter for en lisensjakt som så mislykkes. Så varsler en ekstraordinære uttak som på ingen måte veier opp for de kvotene en ikke får tatt ut under lisensjakt. Så oppleves det nye skader i beitesesongen som fører til at en igjen setter kvoter – for å berolige folk – som igjen ikke blir innfridd.

effektive jaktmetoder i lisensfellingen er ikke å utvide jakta, men det er at en på en fornuftig måte kan ta ut kvoter for lisensjakt som faglige myndigheter har fastsatt for ulike rovdyr. Fra Senterpartiet har vi sagt at vi er åpne for å diskutere andre tiltak, men vi har, oppriktig talt, møtt en mur av taushet – nesten som et ønske om å ignorere hele problemstillingen. Statsråden sier i sitt svarbrev til komiteen

hiuttak. Jeg mener også at det er paradoksalt at man ikke heller kunne gjort lisensjakten på høsten og vinteren mer effektiv, slik at man fikk tatt ut de kvotene man har satt, og slik at man slipper ekstraordinære uttak som blir foretatt på en kontroversiell måte i løpet av våren. Det er synd at Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet reiser rundt i landet og sier én ting ut til folk, men ikke tør å stå for det

ei forvalting som no har fått desse signala. Då er spørsmålet: Kva har endra seg i vinter sidan Senterpartiet sjølv var ein del av dei som la føresetnadene for at jakta skulle lukkast? Rovviltforliket ble inngått i 2011, så dette er den tredje sesongen vi har erfaring når det gjelder lisensjakt. Det er riktig at lisensjakta ikke har vært helt vellykket noen av disse tre 2011, så dette er den tredje sesongen vi har erfaring når det gjelder lisensjakt. Det er riktig at lisensjakta ikke har vært helt vellykket noen av disse tre årene. Men jeg synes det er grunn til å påpeke at bare 30 pst. av kvotene i høst og vinter ble tatt ut, samtidig som man ser at særlig jervebestanden ligger langt over det bestandsmålet som ligger i rovviltforliket. Det var et ganske godt uttak av jerv i 2012, men det er et veldig lavt uttak nå i vinter, og det betinger at man faktisk er villig til å gjøre noe for å oppfylle de kvotene som er satt

Så merker jeg meg at Senterpartiet ikke er enig i den fortolkningen og mener at man skal sikre at uttaket, altså jakten på bjørn og jerv, skal innrettes på en sånn måte at de fastsatte kvotene faktisk blir tatt ut. Da er egentlig spørsmålet mitt til Marit Arnstad: Er det sånn at Marit Arnstad og Senterpartiet mener at det er bedre med lavere kvoter der hele der hele kvoten tas ut, eller vil man beholde høyere kvoter, som er dagens system, men der man i realiteten helt fra starten av setter kvotene høyere enn det man forventer at man kan ta ut? Jeg tror det er viktig for tilliten i rovviltforvaltningen at man ikke kaster blår i øynene på folk. Det betyr at jeg synes det er uheldig at man setter høye kvoter, hvis det i realiteten er slik at man bare skal ta ut 30–40 pst. av kvotene, for da holder man folk litt for narr. Jeg tror mange i næringen reagerer på det, og det finnes ikke hjemlet noe sted i rovviltforliket at man bare skal ta ut en andel av kvotene. Dessuten synes jeg det er uheldig at man ender opp med at miljømyndighetene og SNO på våren driver med helikopterjakt og hiuttak for å redusere konfliktnivået før beitesesongen. Da synes jeg det er bedre at man tar ut en større andel av kvoten – helst hele kvoten under den ordinære lisensjakta. Representanten Arnstad er

ulvebestanden er på målet. Er representanten Arnstad åpen for muligheten for at problemet ikke er at det ikke skytes for mange rovdyr, men at kvotene settes for høyt? Senterpartiet er opptatt av kvotene fordi kvotene er nedfelt i rovviltforliket, og Senterpartiet er svært for rovviltforliket. De kvotene er et resultat av

Stortinget skal vanligvis forholde seg til de overordnede føringene, men akkurat når vi diskuterer rovdyr, går vi virkelig ned i detaljene. Det er en nødvendighet fordi konfliktnivået er så høyt, og fordi uenigheten mellom partiene har vært så stor. For Venstre er det viktig at vi fører en politikk som er i samsvar med naturmangfoldloven og også den todelte målsettingen til norsk rovdyrforvaltning om at vi skal ha beitedyr og rovdyr, samtidig som vi skal ha konfliktdempende tiltak. Ut fra debatten synes jeg også at det er viktig å minne om at de fire store rovdyrartene står på Norsk rødliste over truede arter, der ulven er kritisk truet, jerv og bjørn er sterkt og gaupe er sårbar. For de tre første artene er det også snakk om fredede arter. Fra Venstres side synes jeg det er underlig når Senterpartiet så sterkt understreker at man helt og fullt står bak rovdyrforliket, men samtidig er det eneste partiet som ønsker å komme med vedtak om endringer i rovdyrforliket. Fra Venstres side er vi veldig glad for at dette avvises av stortingsflertallet. Det er viktig at vi har en forvaltning som bygger på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, men det er også viktig at man når det gjelder selve uttakene, legger vekt på at det skal være etisk forsvarlig, og at man følger generelle prinsipper i viltforvaltningen, slik som kravet om human jakt, felling og

norsk natur. Vi har bred enighet – etter mye konflikt – og har klart å få en enighet om de bestandsmålene som gjelder. Da er det viktig for oss at disse bestandsmålene ikke anses for å være et tak, men at det nettopp er en målsetting som man kan ligge noe over, at det er en målsetting man skal ligge omkring, og ha en forvaltning som sikrer nettopp de målsettingene når det gjelder bestanden. Så er det komplisert, det er konfliktfylt, men Stortinget har i bestanden. Så er det komplisert, det er konfliktfylt, men Stortinget har i en bred enighet klart å komme fram til et forlik. Det forliket bør vi fortsatt holde fast ved, selv om det fra Venstres side er smertefullt å være med på det, nettopp fordi vi kanskje ønsker et sterkere vern av de store rovdyrene. For andre kan dette være vanskelig å gå inn i fordi man ønsker endringer i forvaltningen. Men det er viktig at Stortinget holder fast ved forliket også i årene framover.

for det er ikke mer rovdyr i norsk natur enn rovdyrforliket legger opp til – det er mindre. Som rovdyrbiolog kan jeg forsikre forsamlingen om at norske rovdyrbestander er ekstremt godt overvåket, antakelig på absolutt verdensrekordnivå, og det er ikke riktig at vi vet veldig lite om hvordan det ligger an. Problemet er ikke at det skytes for få rovdyr i forhold til kvotene, problemet er at det skapes et inntrykk av det, fordi kvotene settes for høyt. Jervebestanden skal være på 39 ynglinger. Den var på 44, men etter det jeg har fått opplyst, er det allerede skutt 10 par. Kunnskapsdepartementets artsdatabank regner norsk jerv som sterkt truet. Gaupebestanden skal være på 65 ynglinger, den er på 59. Bjørnebestanden skal være på 13 ynglinger, den er på 7. Ulvebestanden skal være på 3 ynglinger, den er på 3, hvorav et par er 51 pst. norsk. Det er med andre ord slik at i hvert fall tre av de fire norske rovdyrbestandene er under forliket. Erstatninger som blir utbetalt for rovdyrdrept sau, har De har gjennom de siste fire, fem, seks årene gått nedover. Rovdyr er ikke lagd for å være snille. De har skarpe tenner, de har kort tarm og de kan stort sett ikke spise annet enn kjøtt. Rovdyr er per definisjon trøbbel. Men de er altså en del av naturen, og de har alltid vært en helt sentral og formende del av norsk natur og alle andre lands natur. Elg, rein, rådyr, hjort og andre arter hadde ganske enkelt ikke vært de dyrene de er i dag, uten bjørn, jerv, ulv og gaupe. Evolusjonært og økologisk sett er disse artene to sider av samme sak. Den som lurer på hva en rein minus ulv og jerv er, kan ta seg en tur til Svalbard og se på de dyrene som de der kaller for gris med horn. Fundamentet for rovdyrforliket er at de aller fleste nordmenn vil ha rovdyr i norsk natur, fordi de syns de hører hjemme der og er en stor verdi. Rovdyrforliket skal respektere dette og ivareta disse verdiene. Ja, rovdyr er et stort problem for husdyrbrukere som rammes, og derfor har Norge verdens beste ordninger for kompensasjon og avbøtende tiltak for rovdyrskader – og vi skal gjøre mer. Men næringsvirksomhet som bruker norsk natur, må også respektere og tilpasse seg den naturen de bruker – ikke bare som ressurs for landbruket, men også som hele folkets felleseie. Norsk husdyrnæring er fullt innforstått med at det har kostnader å drive beitebruk i naturen. Hvert år dør det to til tre ganger så mange sau og lam i norsk natur av andre ting enn rovdyr – av flått, av rome, av skårfeste osv. – og disse dyrene lider

natur. Det er i dette feltet vi må lete etter bedre veier mot et mindre konfliktfylt forhold mellom sauenæring og den naturen som næringen bruker. Vi i Miljøpartiet De Grønne er glad for at stortingsflertallet respekterer rovviltforliket. Forliket skal ivareta både et minimum av norske rovdyrbestander og rimelige muligheter for norsk beitebruk. Vi er at vi ikke gjør norsk landbruk noen tjeneste ved å gjøre rovdyrkonflikten enda større enn den faktisk er. Å ta landbruket til inntekt for en politikk som aldri slutter å angripe den delen av norsk natur som et stort folkeflertall vil bevare, er både dårlig miljøpolitikk og dårlig landbrukspolitikk. Den rungende landbruksmønstringen som mange av oss nettopp var med på her utenfor Stortinget, én ting helt tydelig: Det er helt andre ting enn rovdyr som truer norsk landbruk. Jeg vil gjerne si at det var et veldig godt innlegg som ble holdt av Rasmus Hansson akkurat nå, for det er sånn at det er lett å miste perspektivene når vi diskuterer rovdyr. rovdyr. Et av de vesentlige perspektivene er at de norske rovdyrene som vi har, er truet eller sterkt truet, og er på et absolutt minimum, og delvis under det minimumet som egentlig er forsvarlig, hvis vi ønsker å sørge for bærekraftige bestander. Det må være utgangspunktet for en debatt. Derfor er jeg alltid glad når jeg hører at klima- og miljøministeren sier at hun vil vektlegge rovdyrforliket

for et sterkt vern av rovdyrene som vi har – faktisk er det sånn at i den siste målingen som vel ble offentliggjort i Nationen i løpet av fjoråret, var det en enda større andel av befolkningen som ønsket et sterkere vern av rovdyrene enn det som er praksis i dag. Det mener jeg vi skal ha i bakhodet – og gjerne også lenger framme i hodet vårt, i pannebrasken – når vi diskuterer politikken som handler om hvordan vi tar vare på rovdyrene våre. Så er det, akkurat som Rasmus Hansson var inne på, ingen tvil om at det er konflikter knyttet til dette. Jeg mener at Så er det, akkurat som Rasmus Hansson var inne på, ingen tvil om at det er konflikter knyttet til dette. Jeg mener at det å ha gode ordninger for erstatning og for kompensasjon, er viktig, og det at regjeringen valgte å trekke anken av den dommen som var, tror jeg var viktig for å vise at man ønsker å kompensere på en rimelig måte. Det å jobbe målrettet med forebygging av den dommen som var, tror jeg var viktig for å vise at man ønsker å kompensere på en rimelig måte. Det å jobbe målrettet med forebygging av rovdyrtap, med alt som handler om forskning og utvikling av teknologi og andre former for bestandsmåling, tror jeg er ekstremt viktig. Så er det sånn at i denne debatten står vi på forskjellige bein. Når jeg står opp om morgenen, vil jeg være mest bekymret når det er sånn at antallet ynglinger som er fastsatt i rovdyrforliket, er lavere enn det som ligger i rovdyrforliket, mens når Marit Arnstad står opp om morgenen, vil hun tenke som så at hennes bekymring er sterkest hvis antallet ynglinger er høyere. Sånn vil det være. Det er derfor vi i Stortinget har blitt enige om et rovdyrforlik, som vi skal forvalte på best mulig måte. Så er det to ting som jeg synes det er verdt å diskutere, det er verdt å diskutere, og jeg venter spent på hva Tine Sundtoft vil si om akkurat det. Det er verdt å diskutere hvordan dagens balanse mellom lisensfelling og felling i regi av SNO er. Det er en helt reell debatt – hvordan vi gjør dette på en måte som vi mener er den beste. Jeg tror vi er enige. Jeg hørte også Marit Arnstad si at det Jeg tror vi er enige. Jeg hørte også Marit Arnstad si at det ikke er ønskelig eller heldig med hiuttak. Hiuttak er den mest omdiskuterte måten å ta livet av rovdyr på. Det er ikke slik at vi bør sørge for å ha flest mulige hiuttak – det er en balanse jeg venter å høre klima- og miljøministeren si noe om. Og det er hele tiden verdt å diskutere om vi lykkes godt nok med det som handler om forebygging og det å sørge for at konfliktene er på noe om. Og det er hele tiden verdt å diskutere om vi lykkes godt nok med det som handler om forebygging og det å sørge for at konfliktene er på et lavest mulig nivå. Men jeg vil advare mot det jeg hørte i enkelte debatter som jeg deltok i under valgkampen, der flere ivret for for at man automatisk, eksempelvis, skal gå inn og definere at rovdyr i beiteområder skal føre til felling, selv om jeg ser at statsråden i et av brevene sine varsler at hun vil gå nøyere inn og se om det trengs ytterligere klargjøring av hvilke kriterier man legger til grunn. Rovdyrene våre har vi et ansvar for. Opp gjennom historien har vi syndet mye mot det å ta vare på på rovdyrene. Når flere her nevner at vi skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av rovdyrene, betyr det at en skal basere seg på kunnskap, ikke at vi skal ha kunnskap og så se vekk fra den når vi forvalter rovdyrene. Vi har en todelt målsetting om at vi skal ha både rovdyr og beitedyr i Norge. Det ligger i sakens natur at dette er krevende. Vi følger opp alle punktene i rovviltforliket. Det

Det ligger i sakens natur at dette er krevende. Vi følger opp alle punktene i rovviltforliket. Det skal skje i samsvar med internasjonale forpliktelser og innenfor rammen av naturmangfoldloven. Hovedutfordringen er å finne en balanse der vi tar vare på rovdyrene og samtidig skaper mest mulig forutsigbare og gode rammevilkår for beitedyr. Bare på den måten kan vi oppnå bredest mulig aksept for rovviltpolitikken. Rovviltforliket sier at bestandene av rovvilt skal holdes så nær de fastsatte bestandsmål som mulig. Bestandene av gaupe og bjørn ligger nå under bestandsmålene. Bestanden av ulv er eksakt på bestandsmålet, og bestanden av jerv lå noe over bestandsmålet i 2013, mens den nå, i talende stund, i 2014, ligger noe under. Jerv, bjørn, ulv og kongeørn er fredet i Norge. Jerv, bjørn, ulv og gaupe er klassifisert som truet, dvs. at disse artene har høy risiko for å dø ut i Norge. Likevel må vi av og til ta ut rovvilt, f.eks. for å avverge skade på beitedyr. Kvotejakt og lisensfelling er hovedvirkemidlene når vi regulerer bestanden av bjørn, ulv, jerv og gaupe. Disse fellingsformene sikrer at rovvilt forvaltes mest mulig som annet vilt, med bred deltakelse av Det gjennomføres kurs og kompetansehevende tiltak for å øke effektiviteten under lisensfelling, men det er tross alt få individer av disse artene i Norge. Når uttak gjennom lisensfellingen ikke er tilfredsstillende, gjennomfører Miljødirektoratet uttak av resterende lisensfellingskvote. Men det finnes ulike begrensinger for å få tatt ut resterende lisensfellingskvoter. Kvotene må være satt på et realistisk nivå, forsøket må være effektivt, og sikkerheten for fellingspersonellet er helt avgjørende – f.eks. er det ikke aktuelt å operere i rasfarlige områder. Vi har og må ha høy beredskap både før og under beitesesongen for å sikre at uttak gjennomføres når det er nødvendig. Dette understreket jeg i brev til alle rovviltmyndighetene den 28. april 2014. Jeg forstår at saueeiere kan fortvile over dyr som blir tatt av rovdyr. Derfor er det viktig å ha effektive tiltak og uttak, slik at vi kan redusere tapene mest mulig. Men jeg mener flere av tiltakene som er foreslått av representantene fra Senterpartiet, ikke er i samsvar med etiske prinsipper for dyrevelferd. Det gjelder bl.a. lisensfelling av bjørn i perioden da bjørnen normalt går i hi. Det gjelder også lisensfelling av jerv i en periode da valpene ikke vil klare seg hvis moren skytes. Det er svært gode grunner til at alt vilt er fredet i yngleperioden. Dyreetikk gjelder for rovdyr som for beitedyr. Rovviltforvaltningen er bygd opp av ulike aktører som skal spille på lag for å få en best mulig forvaltning. Vi skal sammen ivareta helheten i rovviltpolitikken. Min oppfatning er at det er et systematisk og godt samarbeid mellom instansene. Rovviltforvaltningen fatter raske vedtak og gjør de vurderingene som den er forpliktet til å gjøre. Jeg mener at vi nå, samlet sett, har mange av verktøyene som trengs. Samtidig vil jeg åpne for å videreutvikle bruken av virkemidler og effektivisere forvaltningen ytterligere. Men å tillate jakt som kan føre til at vi setter til side viktige dyreetiske prinsipper, er ingen farbar vei. Det blir replikkordskifte. Jeg takker ministeren for et godt innlegg, og for at hun er

Men i brev beskriver ministeren et sprik mellom fastsatt kvote og det som er det faktiske uttaket, som har sammenheng med hvor realistisk den fastsatte kvoten faktisk er, og at man derfor ikke kan lese matematisk hvor vellykket uttaket ender opp med å bli. Når man leser begrunnelsen, er det på et vis forståelig. Men det er klart at det skaper noen store forventninger, og det er på ingen måte konfliktdempende, noe også denne debatten har vist. Mitt spørsmål til statsråden er nettopp hvordan hun og regjeringen kommer til å imøtegå denne problemstillingen. Som jeg sa i mitt første innlegg, tror jeg det er viktig at det overordnede er de vedtatt. Så er det viktig at vi er realistiske når vi setter kvotene, og her ønsker regjeringen å ha et nært samarbeid også med rovviltnemndene. Landbruks- og matministeren og jeg hadde møte med rovviltnemndene i desember i fjor. Vi skal ha et møte med dem nå, den 2. juni. Jeg tror vi er helt avhengig av å ha en tett dialog også med rovviltnemndene, slik at vi setter realistiske kvoter – og kvoter som er i tråd med det overordnede målet om å være nærmest mulig bestandsmålet. Jeg skjønner jo at denne regjeringen har bestemt seg for at kvotene som settes for lisensjakt, nå plutselig er

vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse. De sa også at det finnes ingen annen tilfredsstillende løsning enn lisensfelling for bjørn. Støtter statsråden Miljødirektoratets synspunkt om at 14 bjørner ikke er til skade for bestandens overlevelse? Og hvordan vil så regjeringen bidra til at mer enn de fem eller sju bjørnene som nå er tatt ut, faktisk bli tatt ut? Per nå så regjeringen bidra til at mer enn de fem eller sju bjørnene som nå er tatt ut, faktisk bli tatt ut? Per nå er det tatt ut seks bjørner – det ble skutt en bjørn i går kveld også. Det illustrerer egentlig hvor tett på vi nå er denne forvaltningen, og så god oversikt vi har med hensyn til å forvalte denne rovviltpolitikken, som jeg sa er ufattelig krevende, mener at det var et klokt svar fra Miljødirektoratet, men det vi nå sier, er at vi skal ha en aktiv politikk på dette området, for også å se på skadepotensialet i de områdene, derav det brevet som gikk ut 28. april i år. Men det er viktig at vi går inn i hver enkelt sak og vurderer skadepotensialet, noe som nå er gjort i dette området. Jeg må si at 6 skutte bjørn av en kvote på 18 som ble fastsatt av Miljødirektoratet i fjor høst, vel ikke er så tett opptil, etter mine vurderinger. Det er fortsatt et spørsmål hva Høyre og Fremskrittspartiet nå mener er riktig når det gjelder uttak av bjørn og jerv. Som sagt – et uttak på 14 bjørn er av Miljødirektoratet faglig sett ikke ansett som skade på bestandens overlevelse. Så var statsråden inne på at det var tatt ut enkelte dyr nå i vår. Det gjøres jo da midt i ynglingsfredningstida, noe statsråden har advart mot, og det gjøres gjerne med metoder som er veldig kontroversielle. Hadde det ikke vært bedre om en hadde tatt ut en større andel eller hele kvoten gjennom ordinær lisensfelling, enn at en tar ut dyrene nå på våren ved hjelp av høyst kontroversielle metoder og midt i ynglingsfredningstida? Det er et mål å få tatt dem ut gjennom ordinær lisensfelling. Det er det som er hovedvirkemidlet for bestandsregulering av bjørn, ulv og jerv. men det er viktig å ha et tall for hvor mange en kan ta ut. Men det er også noe avhengig av hvor bjørnen befinner seg. Det er derfor vi har en soneforvaltning og et prinsipp om å følge dette tett, og at det er rovviltnemndene som har dette ansvaret. Med måten vi nå jobber på, har vi bedre dialog med bedre dialog med rovviltnemndene og god oversikt over hvor dyrene er hen, og vi går også inn og vurderer i hvert enkelt tilfelle om dyret utgjør et skadepotensial. Det viktige er at det gjøres en ordentlig vurdering.

å beholde dagens ordning, der man setter et høyt tak, men har en forventning om at man i realiteten tar ut et lavere antall rovdyr? I så fall tror jeg kanskje at man burde kommunisere det enda tydeligere ut fra både statsråden og miljømyndighetenes side og fra hele forvaltningens side. Eller skal regjeringen komme Marit Arnstad i møte og sette et mye lavere kvotetak på antallet dyr man ønsker å felle, men til gjengjeld sette et tak som man har til hensikt å nå opp til? Jeg tror det er viktig at vi er enige om at vi skal prøve å nå bestandsmålene. Det er det overordnede målet i rovviltpolitikken. Så bruker vi og som en del av det setter vi kvoter. Jeg er opptatt av at vi setter realistiske kvoter. Her kan man si at det er et gap mellom kvoter en har satt på uttak av jerv, men per i dag er det tatt ut 13 ynglinger av jerv, noe som betyr at vi nå er under bestandsmålet for jerv. Hvis målet i seg selv var å nå kvoten, hadde det vært et enda større gap opp til det Stortinget har vedtatt skal være bestandsmålet for jerv. Så vi må ha realistiske kvoter, men her må vi se landet som helhet og hvor jerven er i de enkelte geografiske

i et område, men det er eksempler på at noen ulver går gjennom et område og raskt beveger seg ut igjen. De er da definert til ikke å ha et skadepotensial. Nå – fordi vi nærmer oss beitesesongen – har vi sendt ut et brev til rovviltmyndighetene om at en nå må passe enda bedre på og reagere raskt hvis det ser ut som om dyret ikke bare er

med jakt. Forvaltninga og forståinga av forliket er blitt utfordra gjentatte gonger sidan 2011, og det vanskelegaste punktet har faktisk vore Senterpartiet. Spesielt formuleringa om skadepotensialet i prioriterte beiteområde har vore debattert sterkt. Men vi har fått eit regjeringsskifte, og dette regjeringsskiftet har gitt mykje klarare svar enn det vi har sett tidlegare.

Det trengst. Det skal statsråden ha all ros for. Det var nødvendig å vise at SV no er ute av Miljøverndepartementet, dagens KLD. Når representanten Arnstad no utfordrar alle partia, må det vere på sin plass å spørje representanten Kva har vore gjort frå Senterpartiet si side for at vinterens jakt skulle bli meir vellykka enn det ho sjølv refererer til – 30 pst. av jerv og 30 pst. av bjørn? Svaret er, som vi veit, ingenting. Éin ting skal eg gi Senterpartiet støtte i, og det er dette med hiuttak,

Men når ein vil bruke helikopter for å ta ut skadedyr, viser det berre kor nødvendig det er å gjere det, fordi forvaltningsregimet gjennom dei tre føregåande vintrane slett ikkje har vore slik som det burde vere. Det håpar og trur vi at det skal bli

Stortinget tidligere enstemmig vedtok ved rovviltforliket i 2011. Resultatet ser ut til å bli at Senterpartiet blir stående for seg selv. Jeg merker meg at representanten Oskar J. Grimstad, som før har vært en kraftig stemme for en rovdyrpolitikk som reduserer skadene på husdyr og tamrein, nå biter i seg alt han har sagt før, og tilsynelatende er tilfreds med tingenes tilstand. Det er knapt ett år siden Grimstad i et spørsmål til daværende miljøvernminister Solhjell hevdet: «Legitimiteten til rovdyrforliket er truga gjennom manglande evne til uttak av rovdyrbestander langt over avtalte bestandsmål.» Det er nettopp det vårt forslag vil bøte på. Dessverre har det ikke skjedd noen forandring i rovviltforvaltningen etter Grimstads spørsmål i juni 2013.

når stortingspartiene setter seg sammen for å bygge et nytt rovdyrforlik. Høyre krever strengere rovdyrpolikk – Senterpartiet har sviktet, våget Gundersen seg til å si den gang. Hva han sier i dag, når han og partiet stemmer imot å iverksette de tiltakene Stortinget ble enige om i Vi står nå framfor en ny beitesesong, og vi vet av erfaring at det ikke vil ta lang tid før vi får dramatiske meldinger om tap av sau og tamrein. I et av forslagene vi fremmer, heter det: «Stortinget ber regjeringen presisere at når det befinner seg rovdyr i prioriterte beiteområder i forkant av og i beitesesongen, representerer disse et skadepotensial, og må tas ut

fordi tapstallene har gått ned enkelte steder. Det har vel helst vært fordi det er så mange som har lagt ned. Før den siste bonden satte kroken på døra i Lierne, gikk naturligvis tapstallene i kommunen ned. Jeg skal slutte meg til Heidi Greni og si at jeg er

Det er flott at regjeringa har gitt beskjed om raskt uttak av skadedyr nå i vår, og folk synes det er bra. Men dessverre, felling av bjørn nå er i utgangspunktet en reaksjon på en rovdyrpolitikk som ikke virker etter målsettinga. Det er ikke om våren vi bør ta ut dyr, det bør vi gjøre om høsten. Skadefelling er tvingende nødvendig, men skadefelling er verken ønskelig for dem som vil ha flere rovdyr, eller for oss som vil ha færre. Det skaper bare høyere konfliktnivå og større motsetninger. Saken i dag handler bl.a. om å få til en mer effektiv lisensfelling, dvs. vi ønsker en lisensfelling som er så effektiv at vi unngår situasjoner med uttak av bjørn om våren, slik som vi har nå. Målet må være å komme nærmere bestandsmålene og drive en forvaltning med lisensfelling som virkemiddel, slik som rovdyrforliket slår fast.

er at vi må overlate oppfølginga til regjeringa og forvaltninga. Det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende. Det handler ikke om pragmatisme, slik som Fremskrittspartiet sa, men om ansvarsfraskrivelse, slik som jeg ser det. Dette er et tema som engasjerer langt utover Senterpartiets medlemsmasse. Rovviltnemndene besittes ikke av lokale senterpartister. De er faktisk tverrpolitiske, med folk fra SV og Arbeiderpartiet og helt til Høyre og De inkluderer også fagfolk fra fylkesmannsembetet. I Oppland har både Høyre og Fremskrittspartiet vært høyt på banen i rovdyrpolitikken. Nå har det blitt litt stille. Høyre har sagt at de ønsker mer makt til rovviltnemndene, og Høyre lokalt låner altså rovdyrnemndene lokalt øre. Så langt som til Oslo høres det ikke. Til statsråden vil jeg si at jeg håper at hun i sine møter med rovviltnemndene lytter til dem. For det hjelper ikke med møter hvis en ikke hører etter hva rovviltnemndene sier. Senterpartiet lytter til grasrota. Vi følger opp rovdyrnemndenes innspill og hadde håpet at Stortinget ville gjort det samme. Jeg registrerer at flertallet ikke gjør

Realiteten er at en kommer til å ligge under halvparten av det. Det synes jeg er et forhold som også må tas alvorlig, og det betyr at de problemstillingene vi i dag reiser når det gjelder uttak, er viktig både med tanke på lisensfellingen og med tanke på bestandsmålene. Så var det representanten Grimstad, som spurte hva Senterpartiet hadde gjort i vinter med hensyn til å få en fullgod lisensjakt og lisensfelling. Vel, lisensjakta på bjørn ble avsluttet i slutten av oktober, og lisensjakta på jerv ble avsluttet 15. februar. I vinter har Fremskrittspartiet sittet i regjering. Spørsmålet er ikke hva Senterpartiet har gjort i vinter, spørsmålet er hva Fremskrittspartiet og Høyre vil gjøre i regjering for å oppfylle det som er hovedvirkemidlet i rovviltforliket, nemlig at lisenskvotene skal tas ut på jerv og bjørn – og særlig jerv, der Så har jeg vært opptatt av spørsmålet om vårjakt. Jeg er kritisk til vårjakt. Jeg synes det er en enkel og lettvint løsning, med kontroversielle jaktmetoder, som jeg ser at en nå bruker også fra Høyres og Fremskrittspartiets side til å si at en likevel oppfyller ting i rovviltforliket. Det hadde vært mye bedre om en hadde foretatt det uttaket gjennom den ordinære lisensfellingen i stedet for at SNO skal reise rundt på vårparten og skyte fra helikopter hiuttak. Den problemstillingen har Senterpartiet tatt opp i sitt forslag nr. 7, som nettopp handler om at miljømyndighetene bør gå mer aktivt inn for å bidra til uttak under den ordinære lisensjaktperioden. Dessverre er det nok mitt inntrykk at flertallet her i salen ikke har ønsket å reflektere verken over det forslaget eller andre forslag fra Senterpartiet i denne sammenheng. Det er sjølsagt veldig

har ein rett og slett ikkje forstått det ein i dag debatterer. Ein hevdar også at rovviltnemndene er blitt overprøvde. Ja, det stemmer, under raud-grønt styre blei dei overprøvde kvar einaste gong. Kvar einaste gong blei dei overprøvde, og betydelig overprøvde også, mens no, under vårt regime, har dei blitt overprøvde éin gong. Det er faktisk det reelle Så det var den raud-grøne regjeringa som faktisk la premissane for kor vellykka den jakta som vi no ser resultatet av, skulle bli. Heilt til slutt: Når ein er så grunnleggjande ueinig i det som vi debatterer i dag, må ein få lov til å stille seg spørsmålet: var Senterpartiet då rovviltforliket blei framforhandla? Eg var der sjølv, så eg kjenner godt til kva som hende då, og iveren – eller skal vi kalle det den manglande iveren – til Senterpartiet etter å nå den målsetjinga som dei spesielt i dag tar til orde for. Det var den gongen det var moglegheiter. Det er og detaljane har vist seg å vere viktige og tydelegvis går på tvers av dei tankane som Senterpartiet har gjort seg. Men det har vi ikkje sett gjennom dei tre føregåande vintersesongane som vi har hatt jakt på tidlegare. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Ordningen med tilrettelagt transport, ofte kalt TT-ordningen, er avgjørende for personer som ikke kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet. Dette handler i bunn og grunn om helt sentrale prinsipper i vårt samfunn, det å skape et inkluderende samfunn for

at det er mulig å

Det dreier seg om at uansett hvem en måtte være, skal en få oppleve å være en del av det fellesskapet vi alle ønsker å være en del av. Dette handler om å ta på alvor og utforme en politikk som bygger på prinsippet om at alle mennesker har den samme verdi. For Kristelig Folkeparti har utformingen av TT-ordningen vært en viktig sak over flere år, og det vet jeg at også andre partier i denne sal har vært opptatt av. Det handler om å få til en TT-ordning som kan fungere best mulig for de grupper som i dag mangler viktige tilbud for å kunne leve et tilnærmet normalt liv. Full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede er et viktig politisk mål som jeg vet har bred støtte i denne sal. Men da er også kvaliteten og ikke minst omfanget og innretningen av transporttjenesten avgjørende for om vi når dette målet. Vi har i dette land praktisert en TT-ordning administrert av fylkeskommunene som et tilbud for funksjonshemmede i sin alminnelighet. En stor del av disse TT-brukerne i dag er likevel ikke reelt funksjonshemmede, viser det seg, men mennesker som har fått sammensatte problemer som følge av høy alder. 70 pst. av brukerne i dag er faktisk over 70 år, og bare ca. 10 pst. under 60. 60. Undersøkelser viser at den eldste brukergruppen i all hovedsak er tilfreds med dagens tilbud. Gjennom å reise saken i dag er det viktig å understreke at de nye ordningene ikke skal gå ut over denne gruppen, som er tilfreds med dagens tilbud, og som det fungerer bra for. Brukerne av dagens TT-tilbud skal fortsatt få et godt tilbud fra sitt fylke i framtiden. Det vi fra Kristelig vil fokusere på med interpellasjonen i dag, er funksjonshemmede med et stort behov for en egen TT-ordning. Dette er mennesker som på grunn av sin funksjonshemning er kritisk avhengig av en transportordning for å kunne leve et normalt og godt liv. Denne brukergruppen er avgrenset i størrelse. Beregninger viser at et tilfredsstillende tilbud om dør-til-dør-transport for denne gruppen funksjonshemmede vil koste anslagsvis 200–300 mill. kr per år. I løpet av en treårsperiode har det vært gjennomført forsøk i tre fylker med et tilrettelagt tilbud for funksjonshemmede med et stort behov. Det gjelder fylkene Østfold, Møre og Romsdal og har skjedd på bakgrunn av ulike kriterier og ulike ordninger som nå skal evalueres. Med denne interpellasjonen ønsker vi å ta denne ordningen ett skritt videre. Nå er tiden inne for å få på plass en nasjonal TT-ordning som sikrer nettopp funksjonshemmede med store behov deres rett til å delta i samfunnet på lik Det er bra at de fylkesvise forsøkene nå skal evalueres, men vi skal etter Kristelig Folkepartis syn ikke sette oss ned og vente på denne før vi tar neste skritt for å få til en nasjonal ordning. Derimot kan erfaringene fra de fylkesvise forsøkene tas med i vurderingen av hvilket innhold en nasjonal ordning bør ha for å sikre de funksjonshemmede med størst behov det beste opplegget. En nasjonal ordning bør inneholde noen helt grunnleggende kriterier som bør gjennomføres likt over hele landet: I dag blir det tilbudt gjennom den vanlige TT-ordningen to–fire enkeltreiser per måned. Til sammenlikning viser reisevaneundersøkelser utført av Transportøkonomisk institutt at folk generelt i gjennomsnitt har tre enkeltreiser per dag. dag. For en TT-ordning for det formålet som vi snakker om i dag, har brukerorganisasjonene anslått at minimumsbehov kan være 240 turer per år, dvs. fem turer per uke. Etter en tur fram og tilbake til butikken har mange funksjonshemmede brukt opp flere ukers transportkvote, sånn som den vanlige ordningen er i dag. Undersøkelser viser at for dårlig TT-ordning fører både til mindre muligheter til å handle det som er ønskelig, og – ikke minst – redusert mulighet til å leve et sosialt liv. Bare noe så viktig som det å kunne følge opp egne barn på en god måte begrenses av den manglende TT-ordningen. Så kan en legge til betydningen av å kunne delta i foreningsliv, besøke venner Det er ingen grunn til at en ordning som skal imøtekomme de funksjonshemmede med store behov, skal være basert på færre turer enn de ca. 240 per år som her er skissert. For at ordningen skal kunne gi denne gruppen mennesker et tilbud uten for lang planleggingstid i forveien, er det viktig at dette ikke blir organisert som en bestillingstransport. Den vil kreve mye planlegging i forkant, krever en del byråkrati og er en modell som faktisk har vist seg å fungere dårlig for brukergrupper med store behov. Man kommer ikke ut når man ønsker eller trenger det, og det kan være lenge å vente for å komme til det stedet en ønsker. Dersom du skal rekke toget, en legetime eller følge barna på fotballtrening, fungerer bestillingstransporten dårlig. Aktive funksjonshemmede med store behov for tilrettelagt transport er avhengig av nettopp den samme fleksibiliteten som alle andre for er avhengig av nettopp den samme fleksibiliteten som alle andre for å få hverdagen til å gå opp. Derfor er – punkt 1 – et godt alternativ at brukeren får et antall turer per måned bestilt gjennom vanlig taxiformidling, som nettopp kan ivareta den fleksibiliteten brukeren har behov for. For det andre: Brukeren skal betale en egenandel for strekningen som tilsvarer satsen på kollektiv i samme fylke. Ved lengre reiser skal TT-ordningen kunne kombineres med kollektivtransport. Når flere av de funksjonshemmedes organisasjoner har vært opptatt av å få til gode nasjonale ordninger for dem med de største behovene, har man vært opptatt av at dette ikke skal være særordninger som gir særskilte privilegier til en utvalgt gruppe, men en ordning som sikrer disse grupper funksjonshemmede de samme muligheter over hele landet som alle oss andre. andre. Da er vi inne på det tredje punktet: Ordningen må være lik over hele landet. Det er av avgjørende betydning at dette blir en nasjonal ordning som gjør at man blir behandlet likt uansett hvor man bor i dette landet. Og jeg håper at statsråden har merket seg sin statssekretær Bård Hoksruds uttalelser i den interpellasjonsdebatten som var om samme sak i Stortinget i 2010, da han uttalte som stortingsrepresentant: «Og da synes jeg «Og da synes jeg det er ganske merkelig – når vi nok en gang diskuterer det som vi diskuterte i hele forrige periode i transportkomiteen, og som jeg vet at man har diskutert i arbeids- og sosialkomiteen – at man ikke klarer å få på plass en nasjonal ordning som gjelder over hele landet, og som sørger for at alle får det samme tilbudet.» Her er Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet helt på linje, og jeg er glad for den enigheten og det engasjementet vi har hatt sammen over tid i denne saken. Så nå håper jeg statsråden benytter anledningen i dag til å slå fast at dette skal komme på plass fra og med 2015, og at han tilkjennegir den samme utålmodighet som hans statssekretær hadde da han var stortingsrepresentant. Ordningen må etter vårt syn tilrettelegges av Samferdselsdepartementet, som kan sikre at kriteriene blir felles for hele landet. Fra Kristelig Folkepartis side vil vi også være opptatt av at planleggingen, den mer detaljerte utformingen av kriteriene, med fordel kan utformes i samarbeid med brukerorganisasjonene, som FFO, NHF og Blindeforbundet. Det vil også være viktig at disse trekkes inn i evalueringen av dagens forsøksordninger så vel som de ordninger man nå forhåpentligvis setter ut i livet av nasjonal karakter. Når det gjelder kostnadene rundt en slik ordning, så vel som de ordninger man nå forhåpentligvis setter ut i livet av nasjonal karakter. Når det gjelder kostnadene rundt en slik ordning, vil ikke dette være mye penger i forhold til hva det skaper og bidrar til av et aktivt liv for en gruppe mennesker som nettopp kan oppleve isolasjon som ett av sine største problem. Mange av disse kommer altfor sjelden ut av hjemmet. De får liten anledning til å besøke venner og familie. De kan sjelden delta på møter eller i organisasjonslivet, og – det som mange opplever som det absolutt verste Så må vi heller ikke glemme hva en slik ordning kan spare samfunnet for av kostnader generelt, og som nettopp mangel på sosialt nettverk og manglende mulighet til å kunne delta i samfunnslivet på bred basis kan føre til. Derfor håper jeg at vi nå får på plass en nasjonal ordning som sikrer de funksjonshemmede med stort behov, tilrettelagte og fleksible transporttjenester, uansett hvor de måtte bo i landet.

satse på buss, båt og fly. Det er en satsing vi har løftet både økonomisk og organisatorisk. Det å organisere oss bedre så vi får bygd vei og jernbane og gitt et raskere og bedre tilbud er nesten vel så viktig som bare å bruke mer penger på tiltak. Der er mange reformer på plass. Noen av dem er også nevnt i revidert nasjonalbudsjett, som nå er til behandling i Stortinget. Målsettingen vår er å få til en bedre reisehverdag for folk flest, både i jobbsammenheng og i fritidssammenheng. Det å ha et fungerende samfunn med god infrastruktur er viktig, både for at samfunnet skal fungere, og for at folk skal kunne komme seg på jobb og benytte fritiden sin på en god måte. Det handler om livskvalitet. Den målsettingen må være like sterk uavhengig av om en snakker om funksjonsfriske eller personer. Det som er viktig å understreke i denne debatten, er at noe av det tilbudet som gjelder innenfor infrastruktur, er et rent statlig ansvar. Det handler f.eks. om å bygge en riksvei, og det handler om satsing på en bane. Andre oppgaver har vi per i dag fordelt mer lokalt. Det handler om f.eks. fylkesvei, og det handler om buss. Det gjør at før en setter i gang noen nasjonale ordninger for TT-tjenesten, må en også avklare litt hvilke målsettinger en har med den lokale kollektivtrafikken.

grupper. Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede er spesialtransport for reisende som på grunn av funksjonshemming ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Det har vært en del av fylkeskommunens ansvar, i og med at det er de som styrer den lokale kollektivtransporten. Den ordningen vi her diskuterer, bare for å understreke det, er ment å dekke fritidsreiser. Det

reduseres, rett og slett fordi de som i dag ikke kommer om bord på de kollektive reisemidlene, i framtiden kan ta dem i bruk. Det er en gulrot for dem som har ansvaret for å utvikle universelt utformede løsninger, at det faktisk kan redusere behovet for spesialtransport. Så ser vi også at en del fylkeskommuner flere steder gir et mer fleksibelt transporttilbud, slik som bestillingstransport, som jeg merket meg at representanten Grøvan ikke var så positiv til, hvis jeg oppfattet ham rett, eller fleksitransport. Det kan allikevel være gode løsninger lokalt ved at en får flere til å benytte en drosje sammen i stedet for at man kjører hver for seg. At det kan oppleves som mindre fleksibelt, er godt mulig, men vi skal også huske at heller ikke alle reisende er fornøyd med den fleksibiliteten vanlig kollektivtransport gir. Så noen ulemper kan det oppfattes å ha – for de stedene som benytter det. det. Så vet vi også at hvis en får mer universelt utformede løsninger en del steder, kan en få redusert avstandene en trenger til TT-kjøring, rett og slett ved at en kan komme om bord i ordinær kollektivtransport hvis en får hjelp et stykke på veien. Den politikken som har vært ført så langt, har vært basert på at den har vært svært overordnet med hensyn til de retningslinjer som er gitt, nettopp fordi fylkeskommunene har hatt ansvaret for lokaltransporten. Nå er det gjort et prøveprosjekt, og det henviser også representanten til. Det er forsøket for TT-brukere med særlige behov i utvalgte kommuner i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Østfold. Der har en gjort forsøk for å få kunnskap om hvordan et forbedret tilbud til TT-brukerne kan organiseres bedre, hvilke kostnader som er knyttet til det, og hvordan det mottas av brukerne. brukerne. Til sammen i de tre årene som nå har gått, er det blitt bevilget 28 mill. kr til dette prosjektet. Vi har bedt fylkeskommunene om å gi oss en evaluering av ordningen. De har presentert et opplegg, og de har spilt inn en del ting til oss. Dette pågår altså nå, og vi har sagt at vi innen utgangen av tredje kvartal i år skal Da er det naturlig for meg å ta dette videre og begynne å konkludere og anbefale. Så jeg er ikke klar i dag til å komme med konklusjoner. Da hadde det vært litt meningsløst å ha gjennomført en ordning, hvis en tar skrittet videre allerede før det. Men jeg setter likevel pris på at vi debatterer dette fordi det er viktig for regjeringen å få signal underveis om hvordan Stortinget ønsker å prioritere. Litt avhengig av hvilket omfang en slik ordning får, vil det også påvirke kostnadene. Er en veldig restriktiv, trenger ikke dette å koste veldig mye. Er en rundhåndet, snakker vi om milliarder av kroner. Da må også Stortinget være villig til å prioritere det og ikke bare debattere det. Jeg minner om at det i 2012 ble brukt en halv milliard kroner på TT-ordningene. Det ga et tilbud til 114 000 brukere, men det varierte veldig mye hva slags tilbud de fikk, litt avhengig av fylke. Og det

gir et bredt tilbud. Vi kommer altså til å evaluere dette. Så vil vi komme tilbake til Stortinget med våre anbefalinger om hvilke endringer en bør gjøre i opplegget. Men for meg er det overordnet viktig at vi sammen med dem som har behov for et sånt tilbud, finner en løsning som gjør at en får god kvalitet i hverdagen. Det å komme seg på arbeid og få benytte helse- og undervisningstilbud en viktig del, men det å ha gode fritidsopplevelser, det å kunne besøke familien, som representanten tar opp, er også en del av det å ha god livskvalitet. Og hvis vi som samfunn kan gi en håndsrekning for å gi et bedre tilbud til dem som ikke klarer å bruke kollektive løsninger, mener jeg det absolutt er noe vi skal prioritere, men evalueringen vil gi oss nyttig informasjon om hvordan vi går videre.

videre. Det er vi selvfølgelig glad for. Det som er viktig for Kristelig Folkeparti nå, er nettopp dette med å få en videre framdrift i denne saken. Stortinget har diskutert dette ganske mange ganger, og da er det viktig at dette ikke bare dør ut som en prøveordning, og at vi kan være enige om at vi har å gjøre med en gruppe mennesker, og ikke minst mange unge mennesker med familie og ansvar for barn, som har et mye større behov for tilrettelagte transporttjenester enn det som dagens ordinære TT-ordning er rettet mot. Ordningen sånn som den fungerer i dag – da snakker jeg ikke om de prøveordningene – er rett og slett ikke god nok for aktive unge mennesker med store behov, behov, å få tilpasset transporttjeneste med hensyn til de oppgaver som de har, og de forpliktelser som de har påtatt seg, enten som familiefolk eller ved deltagelse i et sosialt liv som de absolutt ønsker. Jeg merker meg også at statsråden sier at evaluering skal gjøres i tredje kvartal 2014. Jeg synes det er veldig fornuftig at en får en god evaluering av prøveprosjektet. Men det er viktig at en ikke stopper der, sånn at den ordningen som nå går ut som en prøveordning i 2014, får et opphold i 2015. Derfor er vi i Kristelig Folkeparti opptatt av at dette skal bli en nasjonal ordning, og at en universell utforming. Ja, det er flott – det er vi veldig enig i – men vi vet at det krever ganske store investeringer hvis en skal få dette fullt ut til å fungere. Det er snakk om titalls milliarder for å få dette på plass, så jeg tror dette vil være en langt rimeligere ordning. Kristelig Folkepartis intensjon med å ta saken opp i dag er derfor ikke først og fremst å få en debatt om saken igjen. Det er å få til en videre framdrift som kan være med og bidra til å gi denne brukergruppen en nasjonal, permanent ordning. Så håper jeg at statsråden også tenker på at selv om det ikke er hans budsjett det handler om, vet vi at det å kunne få et aktivt samfunnsliv for denne gruppen mennesker er sparte kostnader som en må bruke for å reparere på skader som nettopp er et resultat av isolasjon og ensomhet, og i det hele tatt mangel på å kunne leve et godt liv. Det handler om å ta utfordringen om at alle mennesker er like mye Takk igjen. Og takk for nytt innlegg fra representanten. Jeg deler engasjementet. Det har vi hatt i fellesskap i opposisjon, og jeg tar sikte på at en må videreføre det i posisjon, fra våre ulike roller her. Men for meg er det like viktig å understreke at evalueringen her skjer fordi vi vil lære av det, og for å få en bedre ordning. Så er det mulig at det ikke skjer så fort som representanten skulle ønske, men intensjonen min er å gi et bedre tilbud til flere, enten fordi en får målrettet TT-ordningen, eller fordi en får universelt utformet en del viktige reisestrekninger som gjør at behovet for spesielt tilrettelagt transport går ned. Jeg har hatt flere møter med det vi kan kalle brukergruppene her, både Funksjonshemmedes Forening og folk med som melder om sine daglige utfordringer. En del steder handler det rett og slett om å ha perronger som gjør at de klarer å trille inn på en T-bane. Når en ikke har det, må en ha spesialhjelp. Slike investeringer er kostbare – det er det ingen tvil om. Når det er dyrere å bygge en jernbanestasjon i dag enn for 20 år siden, handler det om at vi ønsker at flere skal kunne bruke den. Dermed får en heisløsninger, en får andre standarder på perrongene, nettopp med tanke på at det skal

folk som kan komme på en perrong ett sted, kommer seg av T-bane eller tog et annet sted. Det nytter ikke å gjøre det bare enkeltvis her og der, hvis personen kommer om bord, men ikke kommer av igjen. Derfor må en også ha en strategi i den tilnærmingen. Så er det også her viktig at en klarer å holde mange tanker i hodet på én gang. Jeg registrerer litt av den debatten som nå har vært om å få lov til å stille miljøkrav til drosjebiler, bl.a. ved at en mener at en nå kun skal ha elbiler eller ladbare hybridbiler. Da ville det betydd at de bilene som i dag frakter rullestolpassasjerer rundt, ville blitt forbudt i drosjenæringen hvis et sånt lovpåbud kom – rett og slett fordi det ikke er et godt tilbud på den type biler i dag, som altså er større biler. Derfor er det viktig at vi her ikke lar den ene gode hensikten som gjelder miljø, ødelegge for de andre hensiktene vi har med å sørge for at en har et mangfoldig og allsidig tilbud ut fra mange behov. Men jeg ser fram til å høre innleggene i denne debatten, og så må vi ta det med oss i vårt arbeid videre.

gjort det. De rød-grønne har også vært med og styrt. Det viser seg jo at veldig ofte er brukergruppene, uansett hvem som styrer, kanskje ikke godt nok med når det gjelder å få til universell utforming på den beste måten fra dag én. Men det var jo ikke det som egentlig var hovedtemaet her. Det er mange, med FFO i spissen, som har jobbet for dette i mange år. Jeg har selv fortid som fylkesvaraordfører i Rogaland, og jeg var en gang departement og hadde i begge disse sammenhengene tett kontakt med FFO, og spesielt med Atle Lunde, som er i Blindeforbundet. Da den kontakten oppsto, var det ofte for å diskutere TT-ordningen generelt. Men etter hvert var det også fordi FFO var opptatt av å la oss som politikere – og kanskje meg spesielt, jeg vet ikke – forstå at TT-ordningen ikke favner alle. Derfor var jeg veldig glad da vi i de rød-grønne, som jeg da var en del av, fikk på plass den Derfor var jeg veldig glad da vi i de rød-grønne, som jeg da var en del av, fikk på plass den prøveordningen i 2012. Så var komiteen i NTP-innstillingen opptatt av å sikre at alle skulle ha en reell mulighet til å leve aktive liv, og en var veldig opptatt av at brukermedvirkningen skulle få særlig oppmerksomhet i evalueringen av prøveprosjektet. Det som er viktig å påpeke i denne saken – som jeg synes at interpellanten sier veldig godt – er at denne TT-ordningen, er ikke ment for alle. Den er ment for dem som ikke kan benytte seg av den ordinære kollektivtransporten, eller som har egen bil som alternativ. Det betyr at de i utgangspunktet ikke har den fleksibiliteten som vi som kan bruke egen bil, ta bussen eller toget. Den finnes ikke for dem. Mange synshemmede og andre funksjonshemmede er helt avhengig av TT-ordningen for å kunne leve et normalt aktivt liv. Jeg tror veldig mange ikke skjønner forskjellen på den TT-ordningen som er, og den biten som vi snakker om her. Vi snakker her om

En snakker om at alle skal få leve helt vanlige sosiale liv som alle vi andre tar som en selvfølge hver eneste dag. Komiteen var bekymret over de signalene som kom fra brukerorganisasjonene om at det fortsatt er store variasjoner fylkene imellom. Mange opplever at ordningene er utilstrekkelige. Jeg er sikker på, som statsråden sier, at forsøket vil gi oss kunnskap både om organiseringen og om kostnadene. Det var også et av Men hovedmålet er å finne ordninger som fungerer for dem som må benytte seg av dem, og som ikke kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet. Det var et viktig signal, og det var viktig at man påpekte at de statlige midlene som skulle komme i denne sammenhengen, ikke skulle erstatte de fylkeskommunale midlene, men skulle komme i tillegg.

2015. Jeg tror, som interpellanten, det er avgjørende at det er Samferdselsdepartementet som sikrer at kriteriene for ordningen blir som man ønsker seg. Jeg tror også det er avgjørende at organisasjonene trekkes aktivt med i evalueringen av ordningen. Vi ønsker å være med på å legge press på at intensjonene med ordningen som de rød-grønne satte i gang et forsøksprosjekt på, har blitt så «arbeiderpartisk» at «Alle skal med» skal bli en realitet. så «arbeiderpartisk» at «Alle skal med» skal bli en realitet. Jeg deler representanten Grøvans betraktninger rundt dette med at alle skal inkluderes i samfunnet. Jeg ønsker også å vente og se hva evalueringen sier, men jeg tenker at vi har ikke mer enn tid og vei for å få på plass en ordning som skal være god for dem som trenger denne mest av alt, nemlig de som faller utenfor alle de andre systemene vi har.

greier å få de aller fleste gruppene til å kunne bruke vanlig kollektivtransport. Jeg må si at jeg ikke har den negative holdningen til bestillertransport, for jeg vet at fra fylker som har en utbredt bestillertransport, er ikke etterspørselen etter TT-transport så stor som den er i fylker som ikke har den ordningen. Dette ses også sammen med annen type transport, som syketransport osv. – noe man også var inne på. Når det gjelder det videre arbeidet her, vil fylkene i seg selv være såpass forskjellige at å lage en nasjonal ordning, ikke sikkert er det som skal til. Men det er mulig å finne noen ting som må være nasjonale, fordi det ikke fungerer over grensene. Det er kanskje ankepunktet man har med TT-ordningen – at den gjelder veldig innenfor det enkelte fylke. Vi har i alle fall fått tilbakemeldinger om at den store utfordringen egentlig kommer når man har familie i et annet fylke og skal på besøk f.eks. fra Oslo til Kristiansand – det å få gode ordninger som gjør at man kan bli grensesprengende når det gjelder TT-ordning som er spesielt for dem som har de største behovene. Det er det representanten Grøvan tar opp her: de som uansett universell utforming av ulike grunner allikevel ikke kan bruke den offentlige transporten. Det er en gruppe som uansett universell utforming av ulike grunner allikevel ikke kan bruke den offentlige transporten. Det er en gruppe som vi absolutt skal fokusere på. Nå har Samferdselsdepartementet satt i gang et forsøk. Jeg mener også at vi må evaluere det forsøket. Men jeg mener ikke uten videre at alt dette skal ordnes nasjonalt. Man må finne en naturlig fordeling av hva som bør være nasjonale retningslinjer, og hva som må tilpasses lokalt, fordi vi har forskjellige fylker med forskjellige transportordninger frekvens på transportene. Mulighetene er atskillig større i Oslo enn de er f.eks. i Hedmark og Oppland når det gjelder å komme fra og til ulike attraksjoner. Jeg og Høyre imøteser med store forventninger den evalueringen som kommer.

mens det i interpellasjonen er ytret ønske om en mer permanent ordning nasjonalt før prøveordningen er gått ut. Norge er et langstrakt land, og fylkene kan ha ulike behov og løsninger for transport. Dersom det legges for mange restriksjoner nasjonalt, vil dette kunne skape unødvendige og kostbare løsninger. I dag legges det gjennom ulike lov- og planverk opp til at det tas hensyn til funksjonshemmede.

Jeg vil også nevne at det er svært positivt at fylkeskommuner kan samarbeide om gode løsninger for transport, også mellom fylkene. Det er også slik at mange fylkeskommuner etablerer mer fleksible transporttilbud, sånn at det kan være mulig for mange TT-brukere å benytte ordinær kollektivtransport. Et eksempel jeg ønsker å nevne spesielt, er Helseekspressen mellom Haugesund i Rogaland og Haukeland Det er busser som er spesialinnredet for syketransport som transporterer pasienter til og fra helseforetak. Når det nå foregår en prøveordning i tre fylker som skal vare ut 2014, er det etter min mening klokt å avvente resultatene og den forestående evalueringen av prøveordningen og eventuelt ta opp igjen spørsmål om nasjonalt regelverk når denne foreligger. Intensjonen i interpellasjonen er god, men ved å avvente evalueringen vil man kunne treffe enda bedre ved å gi et godt og riktig transporttilbud for

har åpnet en helt ny verden for dem som har fått være med i denne prøveordningen. I Møre og Romsdal gjelder dette 150 deltakere i ni kommuner. Det er blinde, sterkt svaksynte og rullestolbrukere som er deltakere. Møre og Romsdal hadde en av landets dårligste ordninger. Avvikling av en prøveordning vil være et stort steg tilbake for deltakerne og vil føre til større isolasjon. Alle må få samme ordning og mulighet som vi har i Møre og Romsdal, en nasjonal ordning der det blir bevilget et antall turer i stedet for et antall kroner. Det er store avstander, og det er forskjellige avstander. Derfor er det viktig at det er turer som blir avtalt. Det var en stor og god overgang for mange av brukerne da man gikk fra papir- og kupongsystemet når man skulle ta buss og drosje, til et TT-kort som har fungert veldig godt. Møre og Romsdal har kommet godt i gang med evalueringen. Deltakerne byr virkelig på seg selv, og de bruker tid på å skrive sine opplevinger. Tilbakemeldingen så langt er veldig gode. Deltakerne har fått et nytt og mer aktivt liv, og kommer med kommentarer som: Nå kan jeg komme meg ut og være sosial samt oppsøke de butikkene og tjenestene en er avhengig av. Og en annen, som gikk rett til mitt hjerte: De første dagene gikk til å komme meg over gledessjokket – tenk at jeg kan være med på noe når jeg har lyst, føle meg gladere. Jeg har nå fått følelsen av å leve, ikke bare å være i live. Det er sterke ord fra brukere, og det er sterke ord som viser hva denne ordningen betyr for enkeltmennesket. Vi har en viktig oppgave her på huset: å ivareta disse brukernes hverdagsbehov. Jeg tror – og jeg har forventninger til – at regjeringen klarer å finne gode nasjonale ordninger som tilpasses lokale forhold. er andre saker vi behandler her på huset, som viser at regjeringen kan klare det, og jeg tror at dette er en så viktig sak at her er det ingen grunn til at det skal være noen mellomtid mellom en forsøksordning – en prøveordning – og til vi har fått dette som en nasjonal ordning.

blir mest mulig mobile, og at behovet for spesialløsninger blir minst mulig. Men TT-ordningen vil fortsatt komme til å være viktig for de brukergruppene som har behov for dør-til-dør-transport og ikke så enkelt kan benytte seg av det tilbudet som ellers skal være på plass. I dag er det fylkeskommunene som har ansvaret for å tilby tilrettelagt transport som en del av den kollektivtransporten. De 19 fylkeskommunene har valgt ulike løsninger, og de prioriterer ordningen ulikt. Så er jo også landet forskjellig, og det kan være ulike grunner til at man har gjort det sånn, men det er ingen tvil om at vi trenger å gå videre. I den rød-grønne regjeringen, med Senterpartiet i Samferdselsdepartementet, foreslo vi

og innspill fra Nav, fylkeskommunene og de funksjonshemmedes organisasjoner. Som det har vært nevnt tidligere i debatten, ble tre fylkeskommuner utpekt: Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold. Målet var å få økt kunnskap om organisering og kostnader knyttet til et forbedret tilbud. Nå er det viktig at disse forsøkene evalueres raskt, og vi har hørt statsråden si at man allerede er i gang med det. For når jeg peker på at det ikke må gå mye tid og peker på ordet «raskt», er det fordi det er behov for å komme seg videre og finne løsninger som sikrer at de brukerne vi snakker om, får et godt tilbud. En evaluering må ikke være noe hvileskjær, vi må bruke den mest mulig for å sikre at vi finner en ordning som er treffsikker nok til de forskjellige utfordringene som er i dette langstrakte landet vårt. Jeg har møtt mange av brukerorganisasjonene, mange enkeltpersoner, og det er mange sterke historier om skjebner til de personene som ikke har fått det tilbudet de har trengt for å kunne være sosiale og delta i samfunnet med sine barn, eller delta godt nok i ulike andre typer aktiviteter. Jeg har også møtt sterke historier fra personer fra disse tre fylkene som har fått en utvidet ordning, som peker på at nå har de fått på plass et system som gir dem et bedre liv, som gir dem muligheten til å være sosialt aktive. Vi må nå se på hvordan vi best kan gå videre, og Senterpartiet vil at folk skal ha et aktivt liv, uansett alder eller funksjonsnivå. Vi vil ha et samfunn for

Men det var ikke det Fremskrittspartiet reiste rundt og drev valgkamp på verken i Oslo eller andre deler av landet. Tvert imot drev de valgkamp på partiprogrammet sitt – og dette er en av delene av Fremskrittspartiets partiprogram som jeg og SV er enig i – nemlig: «FrP vil at det etableres en Nasjonal transportordning for personer med funksjonsnedsettelser og spesielt transportbehov, og at ordningen styrkes. Målsettingen med ordningen er at personer med funksjonsnedsettelser ikke skal hindres i å ha et aktivt og selvstendig liv.» Spørsmålet mitt etter de innleggene som har vært nå, bl.a. fra andre representanter fra Fremskrittspartiet – som hørtes ut som de ikke mente at de ønsket en nasjonal TT-ordning i tråd med det som er Fremskrittspartiets program – er følgende: Er det sånn at Ketil Solvik-Olsen står på Fremskrittspartiets program? Er det sånn at regjeringen er enig i det som står som et valgløfte i Fremskrittspartiets program, eller er dette noe Høyre har kassert fordi de ikke har et tilsvarende engasjement? engasjement? Vi hørte bl.a. Jegstad her tidligere referere til forskjellige typer ordninger, og det var andre som snakket om at reguleringene nasjonalt kunne bli for stramme til at de sikret, men la bånd på, den individuelle friheten. Grunnleggende sett er det punktet i Fremskrittspartiets program som Ketil Solvik-Olsen gikk til valg på – eller som Fremskrittspartiet gikk til valg på – et frihetspoeng. Det er et frihetsvedtak, fordi det handler om mennesker med funksjonsnedsettelser som ikke kan benytte seg av de kollektivtransportmidlene. Jeg er helt enig i at målsettingen må være universell utforming av alle transportmidler. Men det vi snakker om, og som interpellanten prisverdig har tatt opp i debatten, er nettopp en ordning for dem som ikke kan benytte seg av kollektivmidler, enten fordi de ikke har muligheten til å gjøre det fordi tilbudet ikke er universelt utformet, eller rett og slett fordi funksjonshemningen deres er så sterk at selv med universelt utformede midler vil det være nødvendig med egne transportordninger for dem som har funksjonsnedsettelser. Da er spørsmålet mitt: Er det sånn at dette er noe Fremskrittspartiet og regjeringen jobber for dette som de har gått til valg på – eller er det sånn at dette ikke er noe som regjeringen kan garantere at de vil få på plass, eller garantere at de vil jobbe for? Det handler om frihet, og det handler om deltakelse. Vi har folk i mitt eget parti som har muligheten til å delta aktivt i partiarbeid, nettopp fordi man har gode ordninger. Andre Andre sier fra at de er partimedlemmer, men har ikke muligheten til å delta i politiske aktiviteter og på politiske møter. For det er helt riktig, som Arbeiderpartiet framhevet, at dette handler om deltakelse i et sosialt liv og i sosiale fellesskap. Men det handler i tillegg om noe så grunnleggende som retten til å kunne ytre seg i et demokrati, delta aktivt på den demokratiske arena.

fem minuttene over grensen til Akershus, fordi man har forskjellige systemer og forskjellige ordninger, og dermed ikke har den samme friheten som jeg oppfatter at mange her i denne sal gir uttrykk for at de ønsker. Alle mennesker har rett til et aktivt liv. Det vi snakker om her,

fjor. Som Senterpartiets talsmann i debatten den gang la jeg vesentlig vekt på at en slik ratifikasjon må få konsekvenser i hverdagslivet, at det må få konsekvenser for budsjettprioriteringene, og når vi skal prioritere dette, så vil det, som jeg sa, bl.a. gi redusert realinntektsvekst for de funksjonsfriske. Den gangen gikk en i arbeids- og sosialkomiteen ganske nøye inn på bl.a. artikkel 5 nr. 2 i FN-konvensjonen, og en enstemmig komité sa at den artikkelen «forplikter partene til å forby enhver diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ved diskriminering menes her nektelse Komiteen legger til grunn følgende tolkning av rimelig tilrettelegging: nødvendig og hensiktsmessig endring og justering som ikke innebærer en uforholdsmessig eller utilbørlig byrde, når det i et bestemt tilfelle er behov for det, for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte eller utøve alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på linje med andre».

og der var både nåværende statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet og nåværende statsråd i Arbeidsdepartementet, Robert Eriksson, med blant forslagsstillerne. Og det som var forslaget fra dem, var «nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen, og en finansieringsordning som sikrer TT-transport i Det som altså har skjedd siden den gang, er at vi har ratifisert. Fra innstillinga der kan en lese at en slik politikk som Fremskrittspartiet da påpekte, med nasjonale retningslinjer, kan «medføre merkostnader, og bryte med den etablerte ansvarsdelinga mellom forvaltningsnivåene og prinsippet om at det er fylkeskommunene som skal bestemme omfanget og kvaliteten på kollektivtransporttilbudet». Det var altså det som ble sagt av flertallet den gangen. Siden da har vi ratifisert FN-konvensjonen, og alle i arbeids- og sosialkomiteen var klar over at når en gjorde det, ville det måtte innebære skrittvis forbedring av ordninger i hverdagslivet for funksjonshemmede. Det som er vesentlig for Senterpartiet, er hvilke kriterier vi her skal legge til grunn. Det må være kriterier som gjør at det blir et likt tilbud over hele landet for en sårbar gruppe, og for å få til det bør en ha nasjonale retningslinjer og en en nasjonal finansieringsordning. Nasjonale krav til en slik TT-ordning bør være at ordninga kun skal gjelde for funksjonshemmede som på grunn av nedsatt funksjonsevne har stort behov for en slik ordning, at brukerne av ordninga skal tildeles et visst antall turer per kalenderår, at brukerne skal betale en egenandel for hver tur, tilsvarende billettpris på kollektivtransport for tilsvarende strekning, at ordninga skal kunne brukes over hele landet og i kombinasjon med kollektivtransport ved lengre turer, at det er avgjørende at det er Samferdselsdepartementet som sikrer at kriteriene for ordninga blir dem man ønsker. En nasjonal TT-ordning kan organiseres gjennom Nav eller fylkeskommunen. Bestilling av TT-drosje må utformes slik at det er mulig å bruke TT på kort varsel, slik flere har vært inne på, og det er jo da naturlig at organisasjonene trekkes aktivt inn i planlegging og gjennomføring og evaluering av ordninga. Men det som er situasjonen i Stortinget i dag, er at det sakte, men sikkert – som følge av at vi har ratifisert

og den er ikke ment å erstatte andre typer reiser som man kan få dekket fra andre offentlige ting, som f.eks. reiser til og fra lege eller arbeids- og utdanningsreiser. Derfor er det også viktig at man jobber videre med universell utforming, slik at flere kan benytte tog og buss, slik det har vært jobbet mye med her i hovedstadsområdet. Jeg kjenner godt til Akershus, som er det fylket jeg kommer fra, og der vet jeg man har jobbet masse med TT-ordningen for å spisse den litt mer, slik at de som virkelig trenger det, får flere reiser. Der er det «ordinær reiserett», som du kan få innvilget hvis du er ute av stand til å bruke offentlig kommunikasjon. Det er en «utvidet reiserett» for dem som er helt avhengig av rullestol ved nesten all forflytning, og hvis du er psykisk utviklingshemmet, er blind eller synshemmet, eller hvis du må bruke surstoffapparat. Og det er også en «redusert reiserett» for dem som sliter med å ta seg fram med offentlig kommunikasjon på vinterstid når det er glatt og det er mye snø. Så der har man spisset det og differensiert det. Jeg er nok litt skeptisk til å lage ordninger som skal være like i hele landet, for fylkene er ulike. Nå har man hatt et forsøk i tre forsøksfylker, og det skal bli spennende å se på den evalueringen. Jeg har ikke lyst til å mene så veldig mye om man skal ha men målet må være at de som har funksjonsnedsettelser, og som ikke kan benytte offentlig kommunikasjon, må få gode ordninger, slik at de kan leve et aktivt liv og ikke bli diskriminert. Jeg synes det har vært en nyttig og interessant debatt om et veldig viktig tema som jeg opplever at vi alle er enige om at handler om mennesker som trenger et bedre tilbud enn de har i dag. Jeg vil knytte et par kommentarer til noen av temaene som har vært berørt i debatten. Universell utforming:

begrenset – det er ikke mange vi snakker om – og som har spesielt store behov. Det er den gruppen som uansett hvor langt vi kommer med universell utforming, vil ha et udekket behov, og dem må vi prøve å gjøre noe med. Da er det viktig, etter vår oppfatning – jeg tror mange her i salen er enige i det – at vi får en god TT-ordning, som er statlig finansiert og nasjonalt organisert. Jeg tror det er viktig med nasjonale ordninger, som også fremskrittspartirepresentanter har vært opptatt av i tidligere debatter her, og som jeg også har lest i Fremskrittspartiets program.

Jeg skjønner at en skal evaluere, og det er alltid viktig, men poenget er at vi ikke får en pause og et opphold i de ordningene som er i dag. Mitt spørsmål til statsråden til slutt er: Kan statsråden love at vi får en fortsettelse når det gjelder utformingen av en ordning som kan være nasjonal, og som kan være lik, uansett hvor en bor i landet, eller må vi vente på en lang evalueringsprosess

bedre ved å satse massivt på universell utforming, men selv det vil bety at det er enkelte grupper som trenger spesialordninger. Det ene må ikke gå på bekostning av det andre. Når det gjelder framdriften, viser jeg igjen til at vi vil evaluere dette ferdig i løpet av tredje kvartal. Deretter må vi se hvordan vi skal gå sammen videre, og det vil kanskje være noe av det en må diskutere i Stortinget, når Helt til slutt: Jeg er også veldig glad for at det er en del representanter i denne salen som ivrer veldig for at mest mulig av regjeringspartienes individuelle partiprogrammer skal gjennomføres så raskt som mulig. At Fremskrittspartiet i opposisjon fremmet forslag om å få en nasjonal ordning, er en politikk vi fortsatt står for. Dessverre har vi ikke flertall alene i denne salen, men jeg kan love dere at det engasjementet som vi har i partiprogrammet, gjenspeiler seg i måten vi jobber på i regjering.

nektet å gjennomføre på åtte år. Jeg kan love dere at det engasjementet som representanten Grøvan representerer, og som jeg opplever i hele hans parti, i partiet Venstre og i de to regjeringspartiene, lover godt for at vi i løpet av våre år framover vil levere langt bedre resultater her enn det som vi ble nektet å gjøre da vi prøvde i opposisjon. Sånn sett gleder jeg meg veldig – både på vegne av eget partiprogram og ikke minst på vegne av de brukerne som

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker å stemme imot. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i